innbyggere har ikke fått billigere og bedre posttjenester, de har i stor grad fått det motsatte. Kilden er rapporten fra analysebyrået WIK Consult, som fikk oppdraget med å evaluere dette av EU-kommisjonen høsten 2013. Samtidig som dette har skjedd, har de ansattes lønns- og arbeidsvilkår blitt presset kraftig. Det er et distriktsfiendtlig forslag. Prisen på post vil komme til å bli dyrere for dem som bor i distriktene, og er en konkurranseulempe for næringsdrivende der. Det vil være dyrere der enn det vil komme til å være i en storby som f.eks. Oslo. Det er bare i Oslo-området det er grunnlag for å si at konkurranse om post vil kunne gi lavere pris. Det vil kunne bli en ulempe for næringsliv utenfor De som bygde landet, så at de delene av markedet der det var mest penger og billigst å bygge ut ting, skulle være med på å betale for utbygging i de delene av landet der man ikke hadde de samme forutsetningene, såkalt kryssubsidiering. Det var et grunnleggende og bærende prinsipp for dem som bygde landet. Det er det vi gjør når det gjelder strøm, det er det vi gjør i postsektoren, det er det vi har gjort i telesektoren, mens de som river ned og selger landet, i stedet for kjenner prisen på alt, men ikke er opptatt av verdien på noe. Jeg må innrømme at da jeg leste innstillingen fra komiteen om postdirektivet og så det forslaget som regjeringen kom med, kom jeg til å tenke på en sommerslager for et par år tilbake, som gikk som følger: «Jag bygger, bygger upp, O du river, river ner.» For meg er det uforståelig at Venstre og Kristelig Folkeparti velsigner denne implementeringen av postdirektivet.

Samtidig ser en at digital kommunikasjon gjør at stadig flere bruker Internett, sosiale medier og SMS for å kommunisere med sine venner framfor å sende brev. Det betyr at det stadig sendes færre brev i posten. Det har vært rundt 50 pst. nedgang i Postens brevomdeling siden år 2000, og nedgangen vil fortsette. Dette er bakteppet for diskusjonen om postloven og om hvordan vi regulerer postsektoren. for å bli. Mange opplever at de digitale mediene er raskere, bedre og billigere i den skriftlige kommunikasjon både i arbeid og i fritid. Bruken av digitale aviser øker stadig, folk leser Internett-aviser framfor papiraviser. Det er en del av grunnen til at regjeringen også har sagt at en må ha enhetlig moms, uavhengig om det er på papir eller digitalt. Det handler om å følge med i Jeg er glad for at Posten Norge i sine pressemeldinger og brev har påpekt at det lovforslaget som er fremmet, vil sikre Norge fortsatt gode posttjenester, og at det gjør at Posten i større grad vil kunne omstille seg i takt med brukernes behov og styrke selskapets konkurransekraft. Når noen her i dag er bekymret for Posten som bedrift, sier Posten selv at dette er endringer de ser kommer. Denne loven gjør at de vil kunne omfavne endringene mye bedre enn om en velger å gjøre ingenting. Jeg synes Posten her gjør en god vurdering. Når det gjelder forslaget til ny postlov, tror jeg ikke mange vil merke veldig mye forskjell, rett og slett fordi mange opplever at det ikke er mye post i postkassen lenger – i hvert fall ikke på lørdager. Som flere har sagt: Postomdeling på lørdager er en fjerdedel av det som er på andre dager, og andre dager er det altså blitt halvert – på kort tid. Samtidig har Posten en stor infrastruktur som de skal holde i gang. Det å sørge for at de kan bruke den på en effektiv måte, uten å pådra seg mye unødvendige kostnader, er grunnen til at de jevnt over har effektivisert år for år. Det er også grunnen til at en slutter med postomdeling på rett og slett fordi det koster veldig mye å holde maskineriet i gang i forhold til de relativt sett få brevene som da er å fordele. Vi sikrer likevel at aviser fortsatt skal distribueres på lørdager. Mange her har sagt at det kom fram mye kritikk mot forlaget i høringen. Det var ikke mot lovforslaget i seg selv, men det var ønsket om å opprettholde lørdagsaviser som virkelig skapte engasjement. skapte engasjement. I høringsutkastet vi sendte, skisserte vi to løsninger: enten å fjerne lørdagsomdelingen av aviser eller opprettholde den. Veldig mange var imot å fjerne den. Derfor har vi valgt å opprettholde den. Vi sørger for å bruke de virkemidler som er nødvendig, og vi skal kunne samarbeide med avisene og sørge for at den dekningen som er, fortsetter. Men 85 pst. av avisene omdeles allerede av andre organ, bedrifter og personer så det finnes gode løsninger på dette. De mulighetene ønsker vi å videreutvikle slik at Postens kostnader med dette blir minst mulig. De grepene vi nå tar, vil altså spare oss for rundt 400 mill. kr i året i unødvendige kostnader. Når enkelte mener at det en nå gjør, er dyrt, er faktisk dette med på å gjøre Noen er misfornøyd med at postloven åpner for konkurranse på brev under 50 gram, de hevder at dette vil rasere posttilbudet. En glemmer da at brevpost allerede har stor konkurranse fra e-post. Verden endrer seg. Det digitale samfunnet har utfordret papirsamfunnet i lang tid. Som det ble nevnt da vi gjennomførte høringen, kom altså ca. 85 pst. av høringsinnspillene via digitale medier. minner om at det allerede er konkurranse for alle brev og pakker over 50 gram. Jeg har ikke merket at noen av dem som er redd for konkurranse her i dag, vil nasjonalisere og monopolisere den delen av postsektoren. Derfor klarer jeg ikke helt å forstå hvorfor det er så galt å ha konkurranse om å fordele et papirbrev, mens det er helt greit å ha konkurranse om å fordele en pakke. Jeg tror og hører Posten si at denne konkurransen er de godt rustet for, og den skal de kunne få til. Om seks dager markeres tiårsjubileet i Samferdselsdepartementet for det første notatet om ny regulering av postmarkedet. Dette er altså en prosess som har tatt nesten ti år. Jeg er veldig glad for at Stortinget i dag ser ut til å gjøre vedtaket som vi har ventet så lenge på. Det blir replikkordskifte. Eg har lyst til å spørja statsråden om kva det er

enn det me gjer hos oss, og der terrenget òg er flatare. Det er fordi vi har et veldig godt postsystem i utgangspunktet, med en relativt effektiv postbedrift, altså Posten Norge, som har vist vilje og evne til å omstille seg over lang tid. Det betyr at vi går ikke inn i et postsystem som noen ville påstått var dysfunksjonelt, slik en har opplevd andre steder. En forholder seg til bedrifter som har vist seg omstillingsdyktige over lang tid. Så må en også si at direktivet har blitt implementert ulikt i ulike EU-land. Den WIK-rapporten som flere her har nevnt, konkluderer med at en burde lagt bedre til rette for konkurranse og gitt de nasjonale tilsynene større fullmakter for konkurranse enn det en har i dag. Den konkluderer altså med at postmarkedet trenger mer konkurranse og ikke fortsatt monopol, men den konkluderer også med at nettopp fordi en ikke har gjort det slik intensjonen var, har vi ikke fått de effektene som var ønskelige. Så jeg tror en skulle lest hele rapporten når en refererer til den, og ikke bare vist til de problemstillingene den reiser. Statsråden var òg inne på at Posten er bra, og at dei er flinke. Det er flott – det er eg heilt einig i. Eg viste i mitt hovudinnlegg til postsjef vel tok det inn over seg og sa at ja, me skal slutta med postombering på laurdagar, men det vert så store omstillingar for oss at det vil leggja stein til byrda om me òg oppi dette skal til med å liberalisera postmarknaden for desse sendingane under 50 gram. Eg vil gjerne ha statsråden sitt syn på det. Så vil eg òg spørja om kva for tiltak statsråden vil vurdera for å unngå sosial dumping i denne delen av arbeidsmarknaden, slik fleire land i EU-området som allereie har liberalisert postmarknaden, har opplevd? La meg ta sosial dumping først. Der skal vi ha – og vi har – et godt arbeidstilsyn som skal gjennomføre de kontrollene de skal, og sørge for at regler følges opp, og jeg er trygg på at det vil bli gjort på dette området. Jeg kjenner meg ikke helt igjen i måten som representanten prøver å beskrive Posten Norges reaksjon på. I et brev som vi har fått, datert 4. juni 2015, skriver Posten selv at de i lang tid har «etterlyst en modernisering av postregelverket tilpasset dagens virkelighet og endrede brukerbehov. Vi er således godt fornøyd med at postloven nå vedtas. Den nye loven innebærer at det åpnes for konkurranse også for brev under 50 gram. Posten er forberedt på økt konkurranse». Det er vel nesten det stikk motsatte jeg har skriftlig her i forhold til hvordan en referer Posten. Det Posten er opptatt av, er at de må ha tid til å kunne gjennomføre dette og omstille seg. Det har vi lyttet til, og vi skal sørge for at vi foretar lovendringene i et tempo som gjør at Posten Norge også vil kunne konkurrere på en god måte og få den omstillingen som de selv sier er nødvendig. Eg skal men eg må få klara opp i: Det kan vera at Posten sender ulike brev til ulike folk, men då me hadde høyring i transportkomiteen, var denne Mejdell der, og då la han igjen eit skriv med Posten sitt emblem på, som viste til slutt på laurdagsdistribusjon, der det òg stod at viss dei skulle til med laurdagsdistribusjon, der det òg stod at viss dei skulle til med brev under 50 gram, så kom det til å leggja stein til byrda i ei omfattande, krevjande omstilling. Eg trur han var på høyring hos oss etter at han sende brev til statsråden. Brevet jeg siterte fra, er datert 4. juni, og det er etter 24. april sendte Posten ut en pressemelding om en postlov for framtiden, der de kommuniserte det samme. Men det som Posten også har vært tydelig på, er overgangsperioden her. Det er ikke om vi skal ha en ny postlov, om konkurranse ville være bra, men det er overgangstiden – når de ulike steinene blir lagt på plass for å få systemet. Det er helt riktig at Posten har hatt veldig klare synspunkt på hvor fort eller sent ulike ting må gå for at vi skal ha en helhet i

Hvordan vil man sikre at man får den fra trykkeri til abonnent på lørdag? Posten står for omdeling av ca. 15 pst. av avisene i Norge. Veldig mange av avisene har altså funnet sine egne veier. Veldig få av riksavisene er avhengige av Posten til sin distribusjon. Mange av riksavisene som har lokal distribusjon, får dem også trykt lokalt. Med dagens teknologi sender en digitale filer over til lokale trykkerier for å få jobben gjort der, nettopp for å spare penger på distribusjonen. Jeg er selvsagt helt enig i at avisene bør komme fram på lørdagen. Avis er en ferskvare, og derfor har vi sagt at den skal håndteres annerledes enn posten for øvrig på lørdager. Moren min er fra Rosendal, og selv da hun bodde på Bryne, var Grenda fast innslag i postkassen vår. Sånn skal det fortsatt være. Samtidig vil vi sørge for at vi jobber godt med avisene og Posten for å finne de beste distribusjonskanalene. En digital sending av en fil til et lokalt trykkeri vil i hvert fall være det mest miljøvennlige. Det gir liten mening å ha et postfly som reiser med en liten bunke aviser og kun det i lasterommet.

er det sånn at statsråden mener at staten skal betale merkostnaden med dette, eller mener statsråden at dette er noe postkundene selv skal betale? Ofte blir skattebetaleren og postkunden samme person til slutt. Flere har tatt til orde i denne debatten for at vi må ha et likeverdig posttilbud, og det sikrer vi gjennom denne postloven. Vi sikrer Post i Butikk, som har vært en stor suksess og har ca. 1 400 steder rundt i landet. Det blir ikke noen endringer i det, det skal det satses videre på. Vi sier at Posten som bedrift får et oppdatert regelverk som gjør at den er bedre koordinert mot utlandet. Vi får et forbrukerperspektiv der en nå får etablert en styrket klageordning. Så har vi sagt at enhetsportoen for enkeltsendinger skal bestå. Det betyr at vi betaler det samme for å sende et brev om vi sender det fra Oslo øst til Oslo vest,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 De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg har lyst til å starte med å si at det i hvert fall blir en ny næring rundt om i landet hvis man tar samferdselsministerens ord til følge, med en massiv satsing på nye trykkerier for å beholde lørdagsavisene. En samlet komité er enig om at det er behov for å oppdatere og modernisere postloven, som er ligger. Vi tar også inn over oss samfunnsutviklingen som går i retning av stadig mer digitalisering. Å prøve å gjøre et stort poeng av at det er mange som bruker e-post, synes jeg blir feil i denne debatten som pågår her, for det er ikke det vi diskuterer nå. Dette har ført til at volumet har gått ned – det er vi også enige om. Det er allerede gjort restriksjoner på lørdagene, slik at lørdagsvolumet har gått ned. Det erkjenner vi, og det er vi enige om. Sykdommen er vi enige om, men medisineringen er vi uenige om. Vi mener det blir feil å løse dette med å innlemme EUs tredje postdirektiv. Derfor gikk vi allerede i 2011 imot å innføre det tredje postdirektivet. Det gjorde et

står på barrikadene og sier de vil ha innført dette direktivet. Nei, tvert imot, de sa i høringen det som representanten Rommetveit nevnte, at de er i gang med omstilling på grunn av digitaliseringen, og det å få det tredje postdirektivet legger stein til byrden ved en allerede krevende omstilling. Det kan vi ikke prate oss bort Det som nå skjer med det forslaget som foreligger, som dessverre har fått støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre, er full liberalisering – full fri konkurranse, som i mange tilfeller fungerer bra, men i dette tilfellet vil det ikke gjøre det. Det er på grunn av at det vil slå veldig skjevt ut, avhengig av hvor en driver næringsvirksomhet, og avhengig av hvor en bor i dette langstrakte landet vårt.

neste er

og det bør sjåast i samanheng med eventuelle endringar av behovet. Brevpost er i dag ikkje den valde kommunikasjonsforma for dei fleste av oss, verken i næringslivet eller privat. Teknologisk utvikling har gjeve oss så uendeleg mange andre alternativ der vi kan kommunisere både raskt og rimeleg og målretta. Samtidig ser vi at ein globalisert handel gjennom Internett bidrar til ein aukande marknad for pakkepost. Det er vår oppgåve å leggje til rette for denne framtida. Nettoinnsparinga for Posten ved å slutte med ordinær post på laurdagar vil bli nærmare 300 mill. kr. Dette er pengar som kan nyttast betre – f.eks. til å dekkje innbyggjarane sine endra behov. Det har blitt uttrykt bekymring for at lovendringa vil gå ut over distribusjonen av laurdagsaviser i distrikta. Vi lever i ei stadig meir digitalisert verd, men trass i dette opplyser heile 70 pst. av avisabonnentane i dag at dei framleis ønskjer papiravis,

av det totale opplaget til avisene som ikkje er dekte med eigne avisbod, og som dermed vil bli råka av omlegginga i Posten. Lovforslaget opnar for at ein skal kunne kjøpe avisdistribusjon på plassar der det ikkje er eit eige avisbodnett. Det er brei politisk einighet på Stortinget om å leggje til rette for distribusjon av laurdagsaviser, og det er særs viktig at og dei riksdekkjande meiningsberande avisene blir vel varetekne. Her er prosessen i departementet allereie i gang, og eg føler meg trygg på at ein skal finne fram til gode løysingar for dette. Mange har i den debatten vi nå er

– mange, mange måneder etter at denne saken ble startet – er ikke dette på plass. Fortsatt er framtiden for lørdagsavisene helt i det blå. Statsråden uttrykker ikke akkurat bekymring over denne utviklingen. Kanskje er det naturlig, når han bare viser til den digitale utviklingen og til at stadig flere aviser nå likeså gjerne leses på PDF eller på nett. Men for de fleste avisene i dag er økonomien svært sårbar og avhengig av papirutgaven. Lørdagsavisen er flaggskipet for mange aviser. Det er også slik at papiraviser er utskytingsrampen for den digitale satsingen. Når man viser til at dette utmerket vel kan løses ved at man leser aviser digitalt, glemmer man – eller hopper kanskje bukk over – det faktum at den digitale transformasjonen skjer nå, og at man, hvis man kveler papiravisen midt i denne transformasjonen, legger ytterligere stein til byrden for allerede pressede mediehus, og risikerer å dytte flere aviser stupet. Det er ingen tvil om at dersom lørdagsavisen rammes, vil resultatet umiddelbart bli at flere aviser får store økonomiske problemer. Kristelig Folkeparti har garantert for distribusjon av aviser på lørdager. Vi har bl.a. sett at representanten Grøvan, fra Kristelig Folkeparti, sier til Klassekampen at lørdagsavisene fortsatt skal ut til alle Men hvordan skal regjeringspartiene, med støttepartiene i spissen, sikre dette? Posten selv sier at det er urealistisk at endret postutdeling – fra seks til fem dager i uka – skal ha disse virkningene. Solvik-Olsen leker seg med diverse nye løsninger, som f.eks. trykkeri over hele landet, men hvem skal betale for en slik ordning? ordning? Som redaktøren i Nationen sier til Klassekampen i dag, ligger det «fortsatt an til at avishusene selv må sørge for» at denne distribusjonen skjer. For Nationen, f.eks., vil dette måtte bety at man må legge ned papirutgaven av lørdagsavisene. Hvis man mener alvor med dette fra Kristelig Folkepartis side, anbefaler jeg virkelig at man stemmer for forslag nr. 2, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som er framlagt i denne debatten. Hvis ikke ønsker jeg en forklaring på hvorfor.

Mange har i debatten trukket fram den digitale utviklingen og har brukt den digitale utviklingen som en begrunnelse for hvorfor det er nødvendig å gjennomføre disse endringene og konkurranseutsette distribusjon av pakker og brev under 50 gram. Jeg er dundrende tilhenger av den digitale utviklingen, for den digitale utviklingen driver fram produktivitet og gjør at samfunnet vårt fungerer på en mer effektiv måte. Men det regjeringspartiene, støttet av Kristelig Folkeparti og Venstre, gjør i dag, er det motsatte av å fremme effektivitet. Det de gjør, er å bringe inn konkurranse. Så sier de at enhetsportoen skal opprettholdes gjennom enten økte skatter eller gjennom økte kostnader for den enkelte som benytter seg av brevtjeneste i Norge. Jeg viser igjen til den Oslo Economics-rapporten som jeg snakket om i innlegget mitt, som sier at man i 2020 kan komme til å måtte betale opp til 1 mrd. kr – 1 mrd. kr, folkens – for å sørge for at vi får beholde enhetsportoen i landet vårt. Det er derfor jeg stiller spørsmålet til statsråden veldig enkelt: Er det slik at de økte kostnadene ved å sikre enhetsporto skal tas inn i form av økt porto på brev den enkelte eller skal de tas inn gjennom økte skatter for å finansiere dette over statsbudsjettet? Jeg tror det er ryddig for debatten at vi har en klar oppfatning, og at vi får en klar oppfatning fra statsråden, når han gjennomfører denne reformen, med støtte av flertallet i Stortinget. Et stort mindretall er imot, fordi dette handler om hvilke konsekvenser en reform som dette

neste er

Poenget er at mange har vist til EUs tredje postdirektiv. EUs tredje postdirektiv er jo ikke hovedbegrunnelsen for å endre postloven. Hovedbegrunnelsen for å endre postloven er faktisk den digitaliseringen vi ser i markedet. Det er ikke flere aktører i postmarkedet som er den store utfordringen, men det faktum at postvolumet, brevvolumet, går ned. Da må vi på en måte tilpasse oss den nye hverdagen. Hvis vi ikke gjør det,

Når det gjelder konkurranse, tror noen av oss faktisk at det er å få flere aktører inn i hele postmarkedet. Brorparten av postmarkedet er allerede i dag åpnet for konkurranse. Det vi snakker om nå, er brevpost under 50 gram. Hvis vi åpner hele postmarkedet for konkurranse, tror jeg at den mest sannsynlige utviklingen vil være at vi faktisk vil få de aktørene som allerede i dag er etablert i markedet, til å tilby et bredere spekter av tilbud. Det tror jeg vil være bra for hver enkelt av oss. Det vil være bra ikke minst for bedriftene, som vil ha flere aktører å spille på når de skal sende sine brev eller masseutsendinger ut i markedet. Jeg tror på sikt, over tid, at dette også vil bety lavere kostnader for næringslivet. Det betyr noe for meg

Dette forslaget er en utfordring for de områdene og de 15 pst. der Posten Norge er eneste alternativ. Men vi har sagt at vi skal finne et alternativ. Posten Norge har anslått at det vil koste fra 50 til 120 mill. kr å ordne det. Og jeg tenker at vi argumenterer som om Posten Norge er eneste distributør av aviser. Nei, tvert imot. Det er mange andre aktører i dette markedet som distribuerer aviser, magasiner osv. rundt omkring i landet vårt, og jeg er ganske overbevist om at hvis vi legger til rette for det,

skal man kanskje gjøre andre plasser. Det man burde gjort, var å innhente fakta. Grunnen til at jeg tok ordet, var at jeg har lyst til å bemerke at man faktisk ikke har brukt tid til å innhente nye fakta. Det viser seg at det man baserer hele denne saka på, er rapporter og utredninger som regjeringen har bygd på, og beslutninger man har foretatt i tidsrommet 2009 til 2010. Man har ikke tatt innover seg å stå her og håpe og tro. Det er i hvert fall sånn at det som står i saka, er at man åpner for konkurranse. Det er vi for så vidt enig i, og så er vi litt uenig i om det er rett medisin. Det som i hvert fall står, er at dette vil være et gode for dem som har stort volum, og for de store byene. Hvem er Jo, mer eller mindre alle utenfor sirkelen rundt Oslo. Så konklusjonen er at et slikt forslag vil være distriktsfiendtlig og slå skjevt ut. Det er en annen sak vi også skal være klar over med det forslaget som ligger her i dag. Ja, man kan gjerne stå og si at man tar grep for å spare 400 mill. kr. Jeg har ikke oppfattet at vi er så veldig uenig i å se på postlova og ta innover oss det som skjer, men det vi ikke har svar på i dag, er hva det vil koste å opprettholde ombringing av aviser på lørdagene. Beløpet som er nevnt i saka, er 50 mill. kr–120 mill. kr, forutsatt nærombringing. Det betyr at alle som i dag får avis på lørdager, ikke vil få det. På direkte spørsmål til Posten at det vil koste omtrent det samme som i dag hvis vi skal opprettholde samme flytilbud med avisombæring i hele landet. Det må vi ha med oss, og det må vi være klar over når vi sier det vi sier. Så det er faktisk veldig betimelig det spørsmålet og den utfordringen som gikk til Kristelig Folkeparti: Hva betyr det når man sier at man skal opprettholde ombringing av avisene på lørdagene? Er det dagens ordning, eller er det kun lokalavisene man skal opprettholde Til slutt: Det er ingen tvil om at når det gjelder det forslaget som ligger her, om man liker det eller ikke, har samferdselsministeren vært flink et års tid nå og gått ut og sagt at det ikke skal gå utover enhetsportoen og for deg og meg som skal sende brev. Det han unnlater å si – han sier det, men det er kanskje ikke så lett å oppdage – er at det gjelder enkeltsendinger. Altså: Det ene brevet jeg skal sende fra Hemnes til Oslo, blir det ingen endring for, men bedriften ute på Hemnesberget som skal ha masseutsending, vil ikke men bedriften ute på Hemnesberget som skal ha masseutsending, vil ikke få den samme konkurransen som de som opererer her i Oslo. Det er en vesentlig forskjell. Og så får vi i framtida ikke være med og bestemme i forhold til om de plutselig kutter til fire dager, eller om de velger å gå bort fra A-post, som også ble nevnt i høringen. Det var innlegget fra representanten

når lokalavisene kommer ut i sitt lokale nærområde. Hvis Levanger-Avisa f.eks. har abonnenter i Oslo – det bor mange trøndere i denne byen – er ikke det et ansvar som Posten vil ta. Og Posten svarer, som Juvik helt riktig pekte på, på direkte spørsmål. Hva hvis man skal sikre denne typen regionoverskridende distribusjon av aviser? Da vil det tilsvare omtrent akkurat det samme som om man skulle ha fortsatt med lørdagsdistribusjon av post. Vinninga går opp i spinninga. Siden jeg ser at statsråden er nestemann på talerlisten, vil jeg gjerne utfordre statsråden: Hva er de riktige tallene? Og spørsmål nr. 2 er: Hvem skal ta ansvaret? Når statsråden sier at dette skal vi finne gode løsninger på, og når Grøvan har lovt at dette skal sikres, hvem er det som betaler regningen? Er det et ansvar som staten skal ta? Er det et ansvar som skal pålegges Posten, eller er det et ansvar som avisene selv må bære? Hvis det sistnevnte er resultatet, frykter jeg at mange aviser i Norge umiddelbart vil få store økonomiske problemer. Jeg mener vi må få disse svarene før Stortinget fatter vedtak i en så viktig sak. Gode posttjenester er viktig. Det har ligget til grunn for det arbeidet vi har gjort. Når jeg hører motargumentene her, virker det som at en egentlig mer driver med den tro og tvil som noen advarte mot. Jeg nevnte i mitt hovedinnlegg at Posten selv har sagt at lovforslaget gjør at Posten i større grad vil kunne omstille seg i takt med brukernes behov og styrke selskapets konkurransekraft. Så når representanten Eidsvoll Holmås sier at dette handler om en er forberedt på en kalddusj eller ikke, registrerer jeg at Posten selv i sin pressemelding sier at dette styrker selskapets konkurransekraft. Ergo er Eidsvoll Holmås´ innvending erklært ugyldig fra Posten selv. Så sår han tvil om aviser på lørdager. Jeg lurer litt på hvorfor han skaper den debatten. Er det fordi at en da sier at vi skal opprettholde all postomdeling på lørdager? Da går en i så fall glipp av hele besparelsen på 400 mill. kr. Så har vi sagt i alle debatter etterpå at om det koster 50 mill. kr eller 120 mill. kr, vet vi ikke helt ennå. Koster det mindre eller mer? Vi har sagt at uansett skal vi opprettholde lørdagsomdelingen av aviser. Men er Arbeiderpartiets svar da at om vi ikke vet prislappen nå, før Stortinget har gjort sitt vedtak, så skal vi opprettholde all postomdeling og gå glipp av hele 400 mill. kr i besparelse, for det er alternativet som Arbeiderpartiet her tar opp. Jeg forstår ikke den debatten. Vi har sagt at lørdagsomdelingen skal opprettholdes. Så har vi samtidig vist at 85 pst. av avisene finner andre kanaler enn Posten, og vi tror at det tallet er det mulig å øke i tillegg nettopp fordi det finnes en haug med lokale trykkerier rundt omkring. Arbeiderpartiet spør: Skal det opprettes nye trykkerier for å kunne trykke lørdagsaviser lokalt? Vet dere hva – de trykkeriene finnes allerede. Det er lokalaviser over hele landet allerede. Tenk hvilken økonomi de kunne fått hvis de kunne trykket litt flere enn Klassekampen og Nationen, ja, noen av dem gjør det allerede. Dette har disse avisene allerede funnet ut av, nettopp fordi det koster penger i dag å distribuere aviser med Posten. Posten driver ikke veldedighet i dag, de gjør ikke dette gratis for Nationen, Klassekampen og de andre. De tar betalt akkurat som alle andre. andre. Derfor er det incentiv i systemet allerede i dag til å trykke mer lokalt. Det trodde jeg også man ville se på som et godt miljøgrep. Så prøver Arbeiderpartiet å så tvil om enhetsportoen. Det blir ikke dyrere for næringslivet selv om de sender fem brev istedenfor ett brev. Enhetsportoen gjelder for alle. Det er ikke sånn at hvis du sender ett brev, koster det 10 kr, og sender du to brev, koster det 23 kr. Enhetsportoen vil bestå, men så får en konkurranse. Men jeg tror ærlig talt ikke at i et marked som har så stor nedgang som det vi har sett de siste årene, vil det være mange aktører som vil være en stor konkurrent til Posten. Posten har en fordel, og de har et system som allerede er bygd opp, og det vil de bygge videre på selv med redusert markedsandel. Det er

Det handler om viktige meningsbærere, det handler om at en skal kunne ha en lik ordning for hele landet. Derfor har vi fra Kristelig Folkepartis side vært krystallklare på at dette er en ordning som skal gjelde alle aviser, og den skal gjelde uansett hvor en måtte bo hen i dette landet. Den er veldig løselig anslått, men det betyr at en skal betale det dette koster, og så må en gjøre avtaler i de enkelte tilfellene som gjør at avisen kommer fram. Alle skal få avisene, det skal ikke skilles mellom lokale og nasjonale aviser. Jeg synes statsråden her har vært veldig tydelig på akkurat det samme løftet. Så det kan ikke være tvil om at det er et flertall på Stortinget som skal sikre

Er det sånn at de merkostnadene som ligger i det å opprettholde enhetsporto, og som Oslo Economics har anslått kan komme til å stige til 1 mrd. kr innen 2020, skal dekkes med økte kostnader for den enkelte brevsender? Eller er det slik at disse kostnadene skal dekkes gjennom økte skatter fra fellesskapet? Det er et enkelt svar på det. La oss si det sånn: Det er en skandale hvis statsråden ikke har tenkt igjennom dette. Hvis han har tenkt igjennom det, fortjener faktisk Stortinget et svar fra ham. Dette er nok et ideologisk høyresideeksperiment som gjennomføres, og besvares med luftige svar. Hele konkurranseutsettingen av brev under 50 gram kommer til å føre til en overflytting av penger fra gode, effektive fellesskapsordninger til privat, globalt næringsliv. Det er en dårlig idé. Representanten Arild Grande har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Til statsråd Solvik-Olsen: Det er helt riktig Til statsråd Solvik-Olsen: Det er helt riktig at Arbeiderpartiet gjerne ville hatt avklart disse tallene for det vi faktisk diskuterer, for det er stor forskjell på om det er 50 mill. kr eller 400 mill. kr man snakker om når det gjelder ansvar. Det er også stor forskjell på om dette skal være et statlig ansvar, om det skal være et ansvar Posten skal bli pålagt, eller om det er et ansvar som avisene selv må bære. Dette er det viktig at vi får avklart før Stortinget fatter en så viktig beslutning. så viktig beslutning. Det er fristende å spørre statsråd Solvik-Olsen om hvor mange aktive trykkerier han tror det finnes i Norge. Hvis det var sånn at det var lønnsomt for avisbransjen å ha en rekke trykkerier rundt omkring, skulle man kanskje hatt et rundt hvert nes i Norge. Faktum er at det går i stikk motsatt retning. Markedet konsolideres, og det blir stadig færre trykkerier. Vi vet at det har en stor kostnad hvis dette skal være løsningen fra regjeringens side. Det som ville ha skapt trygghet i bransjen nå, var at regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre hadde stemt for forslag nr. 2. Det ville sikret den nødvendige ro. Jeg skjønner godt at representanten Grande gjerne vil ha Kristelig Folkeparti med på sitt eget forslag, men det er ikke nødvendig. Statsråden har nå forsikret om at vi skal sørge for at vi skal ha lørdagsombringing av aviser. Komitéflertallet har i innstillingen sagt at vi skal ha lørdagsombringing av aviser. Da finner vi ordninger på det. Mer komplisert enn det trenger vi ikke å gjøre det. Jeg synes det er fullstendig unødvendig at vi skal lage en masse usikkerhet omkring dette når Stortinget er så tydelig i sin kommunikasjon, og statsråden er så tydelig i sin kommunikasjon. Når det gjelder distribusjon av aviser, bidrar Posten Norge bidrar Posten Norge til at alle i hele landet kan få aviser. Men det er kun 15 pst. av abonnentene som er avhengig av Posten Norge for å få sine aviser. I disse områdene må vi finne løsninger. Verre er det ikke. Når det gjelder nasjonal distribusjon av aviser, er det mange andre aktører som er toneangivende, og som har det store volumet. På den diskusjonen vi har omkring, omkring, høres det nesten ut som om det ikke finnes alternative distribusjonskanaler til Posten Norge i Norges land knyttet til distribusjon av aviser, magasiner osv. Det fins faktisk noen som til og med distribuerer på søndag. Vi har hatt en god debatt, men det er en etter min oppfatning unødvendig usikkerhet man prøver å skape her om hvorvidt vi skal ha lørdagsombringing av aviser. Det finner vi en løsning på. på. Så til representanten Holmås og spørsmålsstillingen knyttet til Oslo Economics-rapporten, der det vises til at det er en mulig merkostnad på 1 mrd. kr. Den merkostnaden på 1 mrd. kr er jo knyttet til at man får betydelige nyetableringer i det norske markedet i forbindelse med en åpning for konkurranse. Det sannsynlige scenarioet i i det norske postmarkedet er ikke at det blir masse nye aktører, men at de eksisterende aktørene faktisk bidrar til å sørge for et utvidet tilbud til kundene. Det må jo være positivt for oss som tror at konkurranse kan være et positivt element i hele postmarkedet. Jeg vil minne om at mesteparten allerede er konkurranseutsatt i dag, som også forrige regjering har satt sitt stempel på, og det fungerer godt. At det er noen grunn til at det ikke skal fungere godt

vi ser at det er en utvikling i verden og et trusselbilde som endres, som også betyr at vi må fatte nye vedtak. Mye nytt regelverk er kommet på plass innen luftfart, det vil komme nytt regelverk etter hvert innenfor sjøtransport, og nå ser vi altså dette i forhold til bane. Da er det viktig å se hva komiteen framlegger her. her. Det er viktig at det nå utarbeides et regelverk for sikkerhet og beredskap for skinnegående transport, og at Statens jernbanetilsyn kan gjennomføre tilsyn som vil gi en grenseflate mot andre myndigheter som har tilsvarende funksjoner i andre sektorer. Så er det også viktig at det nå gis adgang til informasjonsutveksling mellom tilsynet og andre myndigheter. Det er egentlig ikke noe mer å si i saken. Saken er viktig,

Formålet med et felles parkeringsregelverk er å sikre en forutsigbar og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet, herunder at parkeringstilbudet er universelt utformet, og at parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og mest mulig likt, uavhengig av hvem som tilbyr parkering. Formålet er videre å sikre likere konkurranseforhold mellom kommunal og privat parkeringsvirksomhet og tilrettelegge for tilsyn med Regjeringens forslag innebærer at det nå stilles strengere krav til virksomheter som driver i bransjen, parkeringsområdenes beskaffenhet og kontrollsanksjonene. Videre gis regjeringen rett til å gi nærmere bestemmelser om tilsyn og tilsynsvirkemidler. Dette gjelder bl.a. rett til å gi nærmere bestemmelser om krav til fjerning, forvaring og utlevering av kjøretøy, herunder også fra annen parkering enn vilkårsparkering. Forslag til ny § 8 er den sentrale endringen. Bestemmelsen vil i første ledd angi virkeområdet for et nytt felles parkeringsregelverk og gi regjeringen rett til å gi nærmere bestemmelser om vilkårsparkering, bl.a. om krav til virksomheter som vil tilby vilkårsparkering, og til personer som skal håndheve slik parkering, herunder til opplæring og undervisningsplan. Videre kan det stilles krav til det enkelte parkeringsområdet, herunder til skilt, om brukervennlige og universelt utformede betalingsløsninger, universell utforming av parkeringsareal samt særskilt tilrettelegging og reservering for innehavere av parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Dagens betalingsfritak for forflytningshemmede med parkeringstillatelse på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser videreføres, mens betalingsfritaket for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser videreføres som en rett, men ingen plikt, for kommunene. Denne saken har hatt en lang reise før den kom hit. Betalingsløsninger og muligheter har endret seg mye siden 2005. Smarttelefonene har avløst de gamle mobiltelefonene. App-er har avløst sms. Komiteen regner med at departementet kan se nærmere på dette og eventuelt ta nødvendige grep for å legge til rette for ny teknologi.

Jeg tror mange av oss kjenner venner, familier og andre som har opplevd at de føler urettferdighet i måten de har blitt behandlet på når de har parkert bilen sin og finner en parkeringsbot under vindusviskeren. Det å ha et forbrukerperspektiv i lovverket er for oss svært viktig. Samtidig vet vi at også store deler av parkeringsbransjen har etterlyst et bedre regelverk, nettopp fordi de også ser at småbanditter i bransjen ødelegger ryktet til bransjen. Lovforslaget vil legge en ramme for et nytt felles parkeringsregelverk med rettigheter og plikter både for dem som skal parkere, og dem som tilbyr slik tjeneste. I rammene ligger det klare krav til parkeringsbransjen og tilsyn med denne og etablering av en ny felles parkeringsklagenemnd for å avgjøre tvister nettopp knyttet til rettigheter og plikter. Nytt parkeringsregelverk vil også sikre forflytningshemmede bedre rettigheter og Når Stortinget nå har gjort sitt vedtak, vil vi sørge for at vi jobber godt og effektivt for å implementere dette regelverket. Det er et regelverk som har hatt stort engasjement når det har vært på høring. Det betyr at det er mange hensyn vi skal ta, og som skal balanseres på en god måte. Men med Stortingets vedtak kan vi sette i gang dette arbeidet og sørge for at lover og forskrifter trer i kraft så fort som mulig.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

Denne saken omhandler både luftfart, vei og jernbane. Komiteen stiller seg bak stort sett hele innstillingen, så jeg skal ikke bruke så mange minutter. Jeg vil først bare så vidt nevne at komiteen ønsker å bemerke at man er veldig positiv til regjeringens ønske om utbygging av E16 og Ringeriksbanen i ett prosjekt. ett prosjekt. Vi er tilfreds med at planleggingstiden blir kortet ned, og at man får en raskere realisering av dette viktige prosjektet. Jeg ønsker også å nevne arbeidet som er knyttet til Skjeggestad bru. Der var det et ras i februar i år som var dramatisk, som kunne ha endt veldig mye verre. Der har siden raset gikk, vært omkjøring. E18 har vært stengt, men man har jobbet for fullt, og komiteen er tilfreds med at nordgående bru kan åpnes i begge løp før fellesferien setter i gang og det blir en veldig økning av trafikken nedover E18. Jeg har også lyst til kort å nevne Bergensprogrammet, der fjerde etappe for Bybanen står for tur. Komiteen har merket seg at økonomien i Bergensprogrammet har utviklet seg mer gunstig enn det som var forutsatt. Komiteen ønsker også å understreke at Bybanen er et viktig prosjekt for å øke kollektivandelen i Bergen. Helt til slutt: Det eneste punktet der komiteen deler seg, seg, er i merknaden om et uavhengig veitilsyn. Der er det et flertall som uttrykker tilfredshet med at Samferdselsdepartementet ønsker å etablere et eget, uavhengig veitilsyn. Det mener vi er bra, og vi ser frem til at regjeringen presenterer et uavhengig veitilsyn.

bør forsinke prosessen som går med tanke på overtagelse av lufthavnen i Bodø. Så er jeg fornøyd med den finansieringsmåten med bompenger, og jeg er veldig glad for at man åpner for å kunne bruke midlene fra Bergensprogrammet til videreføring av Bybanen i

håper man får en løsning på det, i hvert fall før sommersesongen med den store trafikken som vi vet går på denne strekningen. Så stemmer det at vi er uenig i det som foreligger når det gjelder organiseringen av veitilsynet, og vi vil komme tilbake til den saken på en høvelig måte når den skal

Det er jo nettopp dette vi har sett har blitt viktigere og viktigere, at tilsynet ikke har bindinger og ikke er underlagt – som i dette tilfellet – vegdirektøren. Som det også står i saken, vil departementet komme tilbake til dette i en egen sak, og da vil dette være gjenstand for diskusjon, men det er betimelig at dette kommer nå, i denne saken. Jeg skal ikke gå inn på helheten i det som er lagt fram. Jeg viser til hva saksordføreren har presentert, men jeg vil gå litt inn på det

Den rød-grønne regjeringen etablerte en veitilsynsfunksjon i Vegdirektoratet. Det var et skritt i riktig retning, men det var ikke godt nok. Kristelig Folkeparti mente den gang at den rød-grønne regjeringen ikke tok skrittet helt ut. Det burde vært etablert et selvstendig og uavhengig tilsyn. Saken om et uavhengig veitilsyn har blitt vurdert flere ganger tidligere. I en NOU fra 2009 ble det anbefalt å etablere et uavhengig veitilsyn, men daværende regjering fulgte ikke rådet fra det regjeringsoppnevnte utvalget. I stedet ble det opprettet et veitilsyn under Statens vegvesens organisering. Jeg skal ikke dvele lenge ved historien, men fra Kristelig Folkepartis side var vi bekymret for at Statens vegvesen skulle drive kontroll med seg selv innenfor et område som til en hver tid krever stor åpenhet og ydmykhet overfor publikum. Den løsningen som da ble valgt, mente vi kunne gjøre det svært krevende å skille rollene, noe som kan svekke tilliten til tilsynsinstituttet. Det blir litt som å la bukken passe havresekken når man lar Vegdirektoratet, som er ansvarlig for veiutbygging og veivedlikehold, også å være tilsyn for samme sektor. Her valgte man i sin tid et helt annet prinsipp enn det man har gjort for luftfart og jernbane. For å sikre at kravene til standard etterleves, og for å sikre bilistenes trygghet, trengs det et tilsyn som er uavhengig og uten for sterke bindinger til den etaten som har et ansvar for utbygging og vedlikehold. Derfor er det bra, det grepet som nå foreslås, at det etableres et tilsyn som et eget forvaltningsorgan under departementet. Det er bra at det blir ryddet opp i dette som en del av arbeidet med transportreformen. I dag har tilsynet ansvaret for å føre tilsyn med Statens vegvesens virksomhet knyttet til infrastrukturen på riksveiene. Jeg har merket meg at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av om man kan gi tilsynet flere oppgaver. Etter Kristelig Folkepartis syn trenger ikke tilsynets virkeområde være avgrenset kun til infrastruktur. En samordning av tilsynsfunksjonene på infrastruktur-, trafikant- og kjøretøyområdet, et rent infrastrukturtilsyn, tror vi vil være en spennende og god ordning. Effekten av å samordne tiltakene vil gi en betydelig merverdi. Så til slutt noen ord om en annen viktig sak, og det gjelder Ringeriksbanen. Her er det viktig, etter Kristelig Folkepartis syn, at vi holder trykket oppe. Formelt, i denne proposisjonen, handler det om å oppheve et tidligere stortingsvedtak for å sikre at en kan komme videre i saken. Nå ligger alt til rette for at departementet kan fatte vedtak om trasévalg, og dersom alt går på skinner, i ordets rette forstand, kan bygging starte i 2019, og Ringeriksbanen kan stå ferdig i 2024. Fra Kristelig Folkepartis side vil vi gjøre alt vi kan for å få Ringeriksbanen realisert så raskt som mulig og på best mulig måte, og jeg håper at alle involverte kan bidra til at vi kan få en bra framdrift her, i alle ledd av prosessen. Jeg vil knytte noen kommentarer til to store samferdselsprosjekter som gjelder to lokalsamfunn, Åsane – tidligere egen kommune ved Bergen, nå en del av Bergen kommune – og Hole/Ringerike i Buskerud – nå to kommuner etter en vellykket skilsmisse. Jeg starter på denne måten fordi denne saken også viser i praksis i hvilken grad en får til det samarbeidet som er nødvendig mellom geografisk nærliggende områder. Det som er nødvendig mellom geografisk nærliggende områder. Det som har skjedd i Bergen, og det som blir beskrevet i dokumentet, er at det ble vedtatt i 2009 at bybanenettet i Bergensområdet skulle utvides nordover til Åsane etter at utbygginga til Flesland var gjennomført. Deretter skulle en forlenge bybanen vestover fra sentrum til Fyllingsdalen. Så viste det seg i 2012 at det førte til så mange komplikasjoner i bystyret i Bergen, som Åsane er en del av, at planene ikke ble fullført. Det er dårlig arbeid fra Høyre-byrådets side at en ikke klarte å gjennomføre det som var en vedtatt plan, der trinnet etter Flesland var Åsane.

Det er å beklage at ikke bystyret i Bergen og byrådet kan gjøre en slik jobb at en kan realisere de planene som er en del av planen til både Bergen og Hordaland fylkeskommune. Det neste er jernbane og Ringeriksbanen. Den er viktig av to Den første er å gjøre Ringerike og Hole til et mer attraktivt bostedsområde. De har svært attraktive arealer som ligger på uproduktiv grunn, og med kortere transporttid kan det bli et svært attraktivt område. Det vil også kunne medvirke til at utviklinga i Buskerud blir mer spredd, og at vi sikrer en utvikling i en større del av fylket og ikke med så stor vekt på Drammen som vi har i dag. Den andre er sjølsagt at dette også er Bergensbanens forkortelse. Det er et utrolig viktig prosjekt, men både Bergensbanen og den tilhørende nye veien vil bli svært kostbare – dette er utrolig kostbart. Det vi snakker om her, er jernbanen. Senterpartiet står på alternativet med Åsa. jernbanen. Senterpartiet står på alternativet med Åsa. Åsa-alternativet er det alternativet som er vedtatt tidligere. Det er fordi det er det mest miljøvennlige alternativet. Vi er nå i den situasjonen at det ikke lenger er noe flertall i Stortinget for Åsa-alternativet. Det som da vil skje, er at en må gå ut i arealer som er Norges rikeste. Det er ingen tilfeldighet at det området vi nå skal inn i, har huset flere konger enn det trønderne har. flere konger enn det trønderne har. Det viser hvor fruktbar jorda og fjorden er her. Det har vært et attraktivt område. Det å føre vei og bane gjennom dette området blir meget dyrt. Jeg vil henvende meg til statsråden om dette. Det blir meget dyrt fordi en må ta de nødvendige miljøhensynene. For her står problemene i kø: Her er det dyrket jord, her er det kulturverdier, her er det bosetting, her er det en For her står problemene i kø: Her er det dyrket jord, her er det kulturverdier, her er det bosetting, her er det en rekke sjeldne arter, og her er det et Ramsar-område. Det er vel ikke noe sted i Norges land så mye som det vi her skal gjennom. skal gjennom. Da er det sentralt at det er et godt samarbeid mellom Vegvesenet og Jernbaneverket, og det må jeg berømme Vegvesenet og Jernbaneverket for. Det er viktig at en sikrer det, og at en gjennomfører planlegginga på en slik måte at en bygger store miljøtunneler og dermed graver vei og bane ned i bakken, slik at arealene blir utvendig. Det er viktig at dette blir gjort. Det er statsrådens ansvar å påse at det skjer. Hvis ikke det skjer, vil det være naturlig å ta saken opp igjen i Stortinget, for det er en så viktig nasjonal sak at verdiene blir ivaretatt på en god måte – langt bedre enn det som har vært gjort tidligere – for her er vi på et spesielt område. SV er

Bygging av Ringeriksbanen kommer til å ha konsekvenser for matjord og medføre en belastning for naturen. Dette vil være situasjonen for alle traséalternativer som vurderes. SV ber regjeringen sørge for at negative miljøkonsekvenser blir minimalisert gjennom arbeidet med prosjektplanlegging og gjennomføring. Stortinget har tidligere blitt informert og gitt sin tilslutning til at det må ses på flere ulike traséalternativer for Ringeriksbanen, både over Åsa og over Kroksund. Utbygging over Kroksund er veldig utfordrende fordi trasévalget berører et verdifullt våtmarksområde i nærheten, Helgelandsmoen og Busund, som er et område Norge er forpliktet til å ta vare på grunn av vår tilslutning til Ramsar-konvensjonen. Andre begrunnelser ble nevnt av forrige taler. I fjor høst varslet Jernbaneverket og Statens vegvesen at siden den planlagte veien over Kroksund uansett utløser mange av miljøkonsekvensene for våtmarksområder med Ramsar-status, er argumentet for jernbane over Åsa svekket. Vi mener derfor at man bør planlegge ut ifra jernbane over Kroksund. Det er en forståelig argumentasjon, gitt en vei. Det ble også argumentert med at planlagt hastighet på nye tog gjør at Kroksund er mer egnet enn omveien over Åsa. SV er imidlertid uenig i at det skal bygges ny firefelts vei på strekningen Skaret–Hønefoss. Veien vil føre til økt biltrafikk, i strid med vedtatte klimamål og med betydelige konsekvenser for verneinteresser, friluftsliv og nærmiljø. SV mener det er feil å bygge ut for økt biltrafikk mellom Ringeriksregionen og Oslo. Vi mener at nåværende vei istedenfor burde rustes opp, i hovedsak etter eksisterende trasé og med vekt på trafikksikring. Dette er en konkret måte å støtte opp om målet om at transportveksten i hovedstadsområdet må skje gjennom kollektivtransport, sykkel og gange. Beslutningsgrunnlaget fra transportetatene er nå til ekstern kvalitetssikring, og regjeringen har sagt at man tar stilling til planprosessen når beslutningsgrunnlaget er ferdigstilt i juni i år. Likevel har regjeringen nå bedt om at man opphever tidligere stortingsvedtak, som legger føringer for hvilke trasévalg som skal planlegges. I praksis må dette forstås som at regjeringen planlegger å legge vekk traséalternativet over Åsa og konsentrere seg om trasévalg over Kroksund. Intensjonen er å korte ned Kroksund og området i nærheten – våtmarksområdene jeg snakket om – er verdifulle biotopområder som er omfattet av internasjonale verneforpliktelser gjennom Ramsar-konvensjonen. Det er viktig at Norge tar sine internasjonale miljøforpliktelser på alvor, gitt de store verneutfordringene vi vet at Jernbaneverket kommer til å møte på i planleggingen. Dersom man utelukkende planlegger med trasé over Kroksund, gjør det at jeg stiller spørsmål om dette reelt sett vil korte ned planleggingstiden, også det motsatte kan nemlig skje: Man kan bli stående med stadig større utfordringer etter hvert som planleggingen går framover, men uten at man har noe reelt alternativ å falle tilbake på, fordi alternativet ble lagt bort for å spare tid. SV mener derfor at det er viktig å prioritere framdrift i planleggingen av Ringeriksbanen, og at man bør ha flere traséalternativer med i det videre arbeidet. Slik kan man sikre seg et best mulig beslutningsgrunnlag. Derfor fremmer vi her i dag et forslag om at det i den videre planleggingsprosessen for Ringeriksbanen fremdeles skal planlegges med flere traséalternativer, herunder Åsa-alternativet, sånn at man sikrer et best mulig beslutningsgrunnlag for å realisere en rask og god jernbane og for å ta vare på viktige naturområder. Jeg tar opp det forslaget jeg har levert inn. I tillegg er dette en anledning til å ta opp noen andre samferdselssaker, som også regjeringen har gjort gjennom å orientere Stortinget, og der er det et par ting jeg har behov for å påpeke. Det ene er Bybanen i Bergen. Der er det en uenighet om framdriften til Åsane. Byrådet i Bergen har derfor valgt å gå for å utrede Fyllingen-alternativet, altså bybane til Fyllingsdalen, istedenfor.

bypakker fra Møre-byene hadde vært imøtekommende og sagt: Bypakker som tar større hensyn til miljø og kollektivtrafikk, skal vi være villige til å være med på å finansiere. Representanten

Bly og snøscooter slippes løs i naturen. I Sørdalen naturreservat kan man nå plukke bær, fiske og bygge kraftlinje. Toget skal gå gjennom vernet våtmark i Vormsund, og i dag vil stortingsflertallet åpne for jernbane og motorvei gjennom en av Norges store naturperler, Nordre Tyrifjorden våtmarksystem, der flere områder er vernet etter den internasjonale Ramsar-konvensjonen. Under tittelen «Nokre saker om veg og jernbane» behandler Stortinget nå trasévalg for Ringeriksbanen. Med én setning om et underkapittel i en proposisjon åpner Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet for massive inngrep i dette området. Miljøpartiet De Grønne støtter helhjertet styrking av togforbindelsen mellom Oslo og Bergen. Spørsmålet er bare om vi vil la togturen ta litt lengre tid og la traseen koste litt mer, sånn at vi slipper å ødelegge noe av den aller fineste naturen og det aller fineste kulturlandskapet vi har. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet svarer nei, disse partiene vil ikke spandere noen minutters togtur og noen millioner kroner på å beskytte et våtmarksområde som elva har brukt 10 000 år på å bygge opp. Utgangspunktet er at Jernbaneverket og Statens vegvesen i 2014 foreslo at Åsa-traseen for den nye Ringeriksbanen legges vekk for å «gjøre det videre planleggingsarbeidet enklere». Flertallet vil nå at stortingsvedtaket om videre planlegging av Ringeriksbanen som tar utgangspunkt i korridoren over Åsa, blir opphevet, og at regjeringen tar stilling til valg av trasé før den formelle planleggingen av Ringeriksbanen starter opp. Den virkelige betydningen av dette er åpning for å legge Ringeriksbanen gjennom Nordre Tyrifjorden våtmarksystem, og dette er samtidig et langt skritt mot å legge ny motorvei samme sted. en investering i mer vei, som gir mer biltrafikk, og som svekker toget, istedenfor f.eks. å oppgradere dagens vei og understøtte klimaforliket. Trasévalget for Ringeriksbanen var en stor sak på 1990-tallet og i 2002. Da tok stortingsflertallet naturvern og jordvern på alvor og valgte Åsa-alternativet for å spare Tyrifjorden. Høyre, SV og Kristelig Folkeparti skrev «Åsa-alternativet tilfredsstiller målet om vesentlig innkorting på Bergensbanen vest for Hønefoss, og at Åsa-alternativet har ubetydelig lengre reisetid enn Kroksund-alternativet». Og komiteen merket seg at Samferdselsdepartementet ikke tilrådde Kroksund på grunn av de store negative konsekvensene for landskap, naturmiljø og landbruksinteresser. I komitéinnstillingen vi nå debatterer, er dette overhodet ikke nevnt. Flertallet skriver bare at «endeleg traséval for Ringeriksbanen skal fattast av regjeringa, slik som er vanleg i denne type saker» – altså: parlamentarisk ansvarsfraskrivelse på maksimalt volum. Alt som Høyre og Kristelig Folkeparti mente om denne saken, og alt Venstre vanligvis mener om naturvern, er borte som morgendisen over våtmarkene. Denne saken handler om akkurat det naturvern handler om: Vern av natur krever et hav av tid, dokumentasjon og prosess. Vi gjør det for å beskytte våre viktigste naturverdier i en samfunnsutvikling der det alltid er et ønske om inngrep og utbygging. Å bevare natur er en kontinuerlig jobb. Naturvern handler om å stå på naturens side når det virkelig gjelder. Det handler om å si nei når presset er størst. Komitéflertallet gjør det motsatte. De feier naturvernet til side, uten engang å gidde å diskutere det. Jeg gremmes. I denne salen skal det foregå ekte refleksjon og ekte debatt. Jeg håper representanten Raja, som ikke er her, fra miljøpartiet Venstre, tenker over konflikten mellom denne innstillingen og Venstres naturvernpolitikk. Jeg håper representanten Grøvan, fra verdipartiet Kristelig Folkeparti, tenker over om han virkelig vil ødelegge disse verdiene. Jeg håper representanten Hofstad Helleland, fra kunnskapspartiet Høyre, tenker over vernevedtakene hun er i ferd med å ignorere. For denne saken gjelder akkurat det Aftenposten skriver om: Økonomiske hensyn og bekvemmelighetshensyn veier stadig tyngre. Miljøpartiet De Grønne legger derfor fram følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sørge for at trasé for Ringeriksbanen ikke berører de vernede våtmarksområdene i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem eller strider mot Jeg håper flere stemmer for dette, og jeg tar med dette opp forslagene jeg har fremmet. Representanten Rasmus Hansson har tatt opp det forslaget han selv refererte. Dette er en innstilling som stort sett er enstemmig på alle områder. Det setter regjeringen pris på. Det gir oss klare føringer i det videre arbeidet. Skjeggestadbrua har blitt nevnt. Det jobbes fra Vegvesenets side med å få åpnet den broen så raskt som mulig. Det er mange ting som skal sjekkes for å være sikker på at det brolegemet som vi nå ønsker å åpne for trafikk, er uskadd og ufarlig for folk å kjøre på. Målsettingen er at denne delen av veien er åpen for trafikk før sommerferien. Jeg er glad for de signalene som gis om lufthavn i Bodø. Det er noe som har vært kontroversielt i lokalområdene, der flere av lokalpartiene har vært imot dette og ment at det var drømmeri å begynne med det. Nå har dagens regjering sagt at vi ønsker å se på muligheten for å flytte og vi er veldig glade for at partiene snur og gir enstemmig støtte til dette arbeidet. Jeg er også veldig glad for å se hva komiteen skriver når det gjelder driftsansvar for godsterminaler. Det en enstemmig komité som sier at Jernbaneverket skal konkurranseutsette terminaldrift. Det er jeg veldig glad for. Det betyr at vi har Stortinget bak oss når det gjelder konkurranseutsetting av det arbeidet. Ringeriksbanen har vært tema. Nå er Nå er den saken til kvalitetssikring. Det betyr at vi venter på at uavhengige fagfolk skal gjøre en vurdering av det arbeidet som har skjedd med Vegvesenet og Jernbaneverket. La meg allikevel si til den saken at jeg er veldig fornøyd med det arbeidet som Jernbaneverket og Vegvesenet har gjort i saken så langt. Dette er en sak som jeg tror stort sett alle partier kan si at de har kjempet for, for det er jo en sak som har pågått i over 25 år, uten at en har kommet til materielle investeringer.

og når det gjelder økonomi. Jeg registrerer at lokalpolitikerne i regionen gir oss veldig gode tilbakemeldinger på måten etatene har utført arbeidet sitt på. Jeg registrerer at assisterende vegdirektør i februar i fjor var på NRK Dagsrevyen og sa at den måten regjeringen la opp arbeidet på, hadde de ikke jobbet på før, men han trodde det kunne virke. Når vi nå har fått tilbakemeldingene et år senere, er også Jernbaneverket og Vegvesenet veldig fornøyd med måten de har fått lov til å samarbeidet har vært veldig bra fordi de har sett strekningene i sammenheng. Istedenfor å ha konflikt om en og en åker eller en og en gruppe med vernede arter har en sett hele strekningen i sammenheng og kunnet gjøre helhetlige vurderinger, som gjør at en samlet sett tar best mulig vare på både areal, landbruk, miljøinteresser, andre vernede kulturminner o.l. Vi kommer til å jobbe videre med dette for å få tatt et trasévalg, få tatt beslutninger og få realisert dette – det fortjener Hønefoss og Ringeriksregionen – nettopp for at vi skal få et godt bo- og arbeidsmarked.

i de veiprosjektene som her er omtalt, er sykkelveier planlagt på en god måte, og på en måte som er egnet for å sikre trygg sykling langs veiene. Det er altfor ofte sånn, som vi ser i en del prosjekter i statlig regi, at vi ikke har vært gode til å tilrettelegge for sykkel. Dette har vært et generelt problem. Det

Så det er jeg veldig glad for skjer. Men det er klart at når dette er et område som har vært brukt som flyplass, må man være obs på at det kan være mye giftrester, rester etter forskjellige typer gift, i bakken, og det er viktig å ta hensyn – og miljøhensyn – til det helt fra starten av. Så vil jeg helt til slutt bare si noe som jeg vet ikke vil gjøre min kollega fra Midsund like fornøyd med meg.

Møreaksen innebærer en kjempesvær tunnel – lang tunnel, dyp tunnel – som vi vet av erfaring er upopulær for lastebilsjåfører og veldig negativt for myke trafikanter. Et alternativ som ikke er utredet på en skikkelig måte, er en løsning med forbindelse mellom Vestnes og Sekken – Sekkfast med videre vei innover, den såkalte Romsdalsaksen, som i realiteten vil ta trafikken utenfor Molde, og som vil være uten senketunnel. Jeg vil henstille til statsråden om at man vurderer å se på et slikt alternativ i den videre planleggingen, rett og slett fordi det vil være en løsning uten en stor, dyp senketunnel. Det virker nesten som om det er

Det handler om det som det har vært snakket mye om her, nemlig utløsing av Ringerike som et område som er meget verdifullt for utviklinga i hele Oslofjordområdet, og som vi kommer til å være helt avhengige av hvis vi skal greie å få plassert alle de menneskene som skal bo her i henhold til prognosen – minst 600 000 til. Da vil det være helt nødvendig på mange sett og vis. Men det handler også om togforbindelsen mellom øst og vest. viser jeg til det som representanten Lundteigen sa her i et tidligere innlegg. Jeg er enig i det. Jeg vet ikke om statsråden føler seg kallet til å si noe mer om det, men jeg har tidligere tatt til orde for at hvis vi skal få gjennomført dette, vil vi antakelig trenge en egen prosjektorganisasjon for å håndtere Ringeriksbanen. Det er et kjempeprosjekt, og vi kan ikke gå inn i en moderne kommunikasjon for framtida uten at vi har en effektiv jernbane mellom Bergen og Oslo, som jo er de to økonomiske sentra i Norge på mange sett og vis. Derfor gjentar jeg bare én ting: Pass nå på at ikke de usynlige hender innenfor denne sektoren igjen hindrer gjennomføringa av prosjektet eller skaper forsinkelser i prosjektet som skyver det ut. Det har vi ikke råd til lenger. Nå vedtar vi det vi skal vedta, og regjeringa har de nødvendige fullmakter. Jeg må si til presidenten at som saksordfører er

så jeg foreslår at presidenten prøver å styre ordet ut fra de faktiske samferdselsprosjektene vi diskuterer. Så vil jeg legge til at trasévalget for E39 er tatt etter en grundig konseptvalgutredning, og der synes jeg regjeringen har gjort en god jobb.

dessverre, og det tilgir jeg han for. Det er sagt mye bra, og det er gjort mye bra for å få fart på Ringeriksbanen. Jeg registrerer også at SV er, og har vært, veldig opptatt av Ringeriksbanen, men jeg kan dessverre ikke se mange spor etter det etter at SV har sittet åtte år i regjering. Jeg må si at jeg ble veldig glad da jeg så SSBs nye oppdaterte tall i dag. dag. Både SV og Miljøpartiet De Grønne snakker veldig mye om satsingen. Vi ser at Miljøpartiet De Grønne er oppe på talerstolen og spenner bein under det å få en rask utbygging av Ringeriksbanen, utsette trasévalg, vil ha nye utredninger, og det forsinker. Det samme ser vi fra SV, man har ikke fått til noen rask framdrift i planlegging og utbygging av planlegging og utbygging av jernbanen. Men i dag kom SSBs tall som viser at det i fjor var 4,6 pst. flere togreisende. Det er for første gang over 70 millioner reisende. Fra desember 2014 går det nå over hundre flere tog gjennom Oslo hver dag, takket være en ny rutemodell for NSB, og det er gledelig at med Fremskrittspartiet og Høyre i regjering og støttet av Kristelig Folkeparti og Venstre, blir 2015 av Jernbaneverket kalt «det første store vedlikeholdsåret». Det er jeg stolt over. Vi kommer til å fortsette med å jobbe for å innhente det store vedlikeholdsetterslepet som vi måtte ta over, og vi ønsker fortsatt full fart på utbyggingen av jernbanen.

at det å kjøre tog raskere mellom Oslo og Bergen vil bety at traseen over Ringerike og Hole må koste litt mer og ta litt mer tid. Det må også bety at når en skal innom Hønefoss stasjon, som Senterpartiet går inn for, vil det føre til at det tar noe mer tid, men det er en del av den samfunnsmessige rollen som denne banen har. Det er enorme investeringer som nå kommer til å bli gjort på jernbanetraseen, og jeg regner med at departementet vil ha en kost–nytte-vurdering av det. Da er jeg blant dem som mener at det bør settes spørsmålstegn ved om det er rett å ha en firefelts vei i forhold til en tofelts vei på strekningen, når vi skal gjøre en så stor investering på bane. Vi må forvente at en god del av den transporten som går mellom Hønefoss og Oslo, går på bane, og dermed blir behovet for vei mindre. Det er et viktig punkt, som jeg regner med at angjeldende etater og statsråden er opptatt av og vil realisere. oppslutning om det. Representanten Hansson la veldig vekt på Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Det er også viktig for meg, men det er litt spesielt når representanten for Miljøpartiet De Grønne ikke nevner den dyrkede jorda, den feite matjorda som er i området, og de enorme kulturverdiene som er i tillegg til det. Og når en skal gjennom området, må en tenke på flere hensyn samtidig. Det vil innebære at det blir det blir bruer, for å ivareta disse verdiene som vi snakker om. Senterpartiet i Buskerud gikk tidlig ut og ba om et samarbeid mellom Vegvesenet og Jernbaneverket. Vi hadde klar tale allerede sommeren 2013 og er veldig fornøyd med den forståelsen som har vært, og den jobben som er gjort her av Jernbaneverket og Vegvesenet. Det er et forbilledlig arbeid som er gjort, og skal en få til oppstarten i 2018, trenger en lokal forståelse, og da må en ha respekt for naturverdiene. Hvis en ikke får den respekten for naturverdiene, Hvis en ikke får den respekten for naturverdiene, vil det i praksis innebære utsettelse. Derfor må en altså videreføre den ånd som nå er kommet inn i denne planprosessen, hvor en ivaretar både matjorda, kulturverdiene og Ramsar-områdene. Det blir dyrt, men det er nødvendig. Helt til slutt: Jeg vil tilrå Senterpartiets representanter å stemme imot forslaget fra SV og Miljøpartiet De Grønne, for de verdiene som vi her har snakket om, skal ivaretas gjennom planprosessen. Representanten Heikki Eidsvoll Holmås til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Etter representanten Hofstad Hellelands innlegg følte jeg behov for bare kort å bemerke to ting. Det ene er at hun begynner med å kritisere meg for at jeg tok opp Møreaksen i innlegget og så fortsetter hun selv med å ta opp ruteplanen for Oslo og jernbanevedlikeholdet i denne saken. Hun lever med andre ord etter læresetningen «gjør som jeg sier, ikke gjør som jeg gjør» – det er jo greit å ta med seg i videre debatter. Det andre – siden representanten Hofstad Helleland er inne på spørsmålet om jernbanevedlikehold, og siden hun kritiserer de rød-grønne etter åtte år: Jeg er en av de første til å si at det helt klart er bra at jernbanevedlikeholdet øker. Men jeg vil anbefale henne å se på egne budsjetter, bl.a. i løpet av de åtte årene da Høyre satt i opposisjon. Da leverte de alternative statsbudsjetter der de til sammen for drift og vedlikehold kuttet i posten og hadde 1,85 mrd. kr mindre. Det betyr økte problemer. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Etter ønske fra transport- og

Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil tre minutter. – Det anses vedtatt.

samlet om. Det gjelder utbygging og finansiering av rv. 36 Slåttekås–Årnes, og det gjelder kostnadsramme for E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen. Komiteen viser til at strekningen Slåttekås–Årnes i dag utgjør en flaskehals på rv. 36. Strekningen holder lav standard og er preget av stort forfall. Derfor slutter komiteen seg til planen for utbygging og finansiering av prosjektet rv. 36 Det samme gjelder også E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen. Der slutter komiteen seg til kostnads- og styringsrammen, og vi er også veldig glad for at det her legges opp til anleggsstart i høst, og at prosjektet er ventet åpnet for trafikk i 2018. Så tror jeg det holder med dette. Jeg skal ikke utdype så mye mer. Det

Rv. 36 er en strekning som jeg også har kjørt. Det er en vei som er dårlig. Det har vært mange ulykker, også med dødsfall. Derfor er det viktig at vi får utbedret veistrekningen. En vil få en bedre situasjon for førerne, en får jevn fart og en antar en betydelig økt trafikksikkerhet. Dette er et av de bomprosjektene

få redusert noe på bompengekostnadene. Det er ikke tvil om at som FrP-er synes jeg dette er et svært dyrt prosjekt, men det er et svært viktig prosjekt, og det er et lenge ønsket prosjekt lokalt. Det er fylkestinget i Telemark sammen med kommunene i Midt-Telemark som har ønsket å få dette prosjektet på plass, og mener at det er viktig å få det på plass. Derfor er jeg glad for at regjeringen nå sørger for at dette viktige prosjektet kommer på plass. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe og 5 minutter til statsråden. Videre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

Dette skal vi gjøre ganske lett. Komiteen har hatt til behandling forslag om endringer i bl.a. ekteskapsloven, om myndighet til å behandle ugyldige ekteskap. Forslaget omfatter godkjenning av ekteskap som er ugyldige etter ekteskapsloven §§ 16 og 18a og brudvigjingslova § 11, og går ut på at vedtaksmyndigheten i samtlige saker tillegges ett eller flere fylkesmannsembeter. Klageadgangen forutsettes delegert til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Komiteen merker seg formålet med forslagene til lovendring, som er en mer enhetlig og effektiv behandling av sakene, ved at samme enhet behandler alle sakene. Vi ser behovet for effektivisering og verdien av en enhetlig behandling. Komiteen registrerer at har innvendinger mot forslaget, og at forslaget har støtte hos fylkesmennene og andre relevante instanser. Komiteen bifaller enstemmig

om ekteskap som ikke har blitt godkjent etter ekteskapsloven § 18a andre ledd, som skal forhindre tvangsekteskap. Det er derfor viktig med en god og kompetent saksbehandling, som sikrer at alle ekteskap vi godkjenner i Norge, er frivillige. Saker om godkjenning av ugyldige ekteskap behandles i dag på et høyt nivå i forvaltningen. Sakene etter ekteskapsloven blir behandlet av direktoratet, med klage til departementet, mens sakene etter brudvigjingslova blir behandlet av departementet og klagebehandlet av Kongen i statsråd. Forslaget som i dag blir vedtatt, er at alle saker om etterfølgende godkjenning av ugyldige ekteskap i stedet skal behandles av Fylkesmannen. Fylkesmannsembetene har mange oppgaver på ekteskapsfeltet fra før, som de har vist at de skjøtter på en god måte. Det er også blitt bygd opp et godt og solid fagmiljø innen ekteskap i Bufdir, som kan behandle klager som måtte komme. Endringene i dag vil føre til enhetlig saksbehandling, mer effektiv håndtering av disse sakene og et godt møte med det offentlige for dem som får en sak etter disse bestemmelsene. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

Det er nok å kaste et blikk på en fersk bokutgave at Norges lover i dag. Sammenlignet med en fra få år tilbake ser vi at dette er en bok som har omtrent samme anlegg for å legge på seg som en mann i sin beste alder. Derfor er det gledelig at vi rydder og opphever en lov i ny og ne også, spesielt sånn som i dag, når det er en lov hvor det er enighet om at den ikke virker slik intensjonene var i lovens forarbeider. Lov om registrering av innsamlinger har verken hatt positiv effekt for å styrke tilliten til de seriøse innsamlingsaktørene eller vært det tiltenkte hinderet for useriøse aktører, som var meningen. Det eneste hinderet loven har vært, har vært et byråkratisk hinder for frivilligheten. En lov som ikke virker, er en lov vi ikke trenger. Jeg ser derfor frem til å høre argumentene om hvorfor en virkningsløs lov foreslås opprettholdt, slik Arbeiderpartiet tar til orde for i denne saken. Vel kan man være glad i lover og regler, men her er det altså en samlet bransje, bl.a. representert ved Frivillighet Norge, som bejubler lovfjerningen. Det gjør de fordi vi i dag forenkler vilkårene for frivilligheten. De som er avhengig av innsamlede midler for å drive på det nivået de gjør i dag, ser at det legges bedre til rette for deres virksomhet gjennom fjerning av denne loven. Forenklingen applauderes også av Stiftelsen Innsamlingskontrollen samt Norges Innsamlingsråd, som begge mener at dette sikrer organisasjonsfriheten. De seriøse aktørene i innsamlingsmarkedet er avhengig av befolkningen, altså din og min tillit. De er også avhengig av at organisasjonene opprettholder svært høy troverdighet. Svekket troverdighet eller useriøs fremferd vil rive vekk inntektsgrunnlaget for frivilligheten på kort tid. Så dette er i seg selv en garanti for at bransjen gjennom selvjustis, kunnskapsheving og erfaringsutveksling vil arbeide kontinuerlig for at bransjen som helhet ikke fremstår useriøs. Bekymringene knyttet til fjerningen av denne loven kommer fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet, PST og Økokrim samt Politidirektoratet. Det er altså det offentliges behov for kontroll som fremheves, til tross for at loven ikke har hatt den tiltenkte virkning. Det er brakt frem en viss uro knyttet til muligheten for at enkelte vil kunne benytte frivillige organisasjoner som skalkeskjul for å samle inn penger til terrorfinansiering eller til å hvitvaske penger. Slik loven er i dag, virker den ei heller mot dette. Det er altså heller ingen god grunn til å opprettholde den. Jeg er likevel glad for at regjeringen deler bekymringen for at det eventuelt kan forekomme misbruk av frivillige organisasjoner til uærlig formål, og at regjeringen derfor kommer til å vurdere tiltak for å motvirke dette.

og vi forenkler hverdagen for frivilligheten, slik at de i større grad kan bruke tid og ressurser til selve formålet, i stedet for å tjene byråkratiet. Først takk

Dagens lovverk er ikke perfekt, men det betyr ikke at løsningen er å fjerne loven uten at det er noe alternativ. Det er å abdisere. Forslaget vi behandler i dag, dreier seg om om vi har et lovverk som tar to forhold på alvor: Har forbrukerne riktig beskyttelse når det gjelder innsamlinger – er vi sikre på at de pengene vi gir bort, kommer fram dit vi forutsetter, og er den administrative kostnaden innenfor akseptable rammer? Sørger lovverket for at det er tillit til en viktig inntektskilde for de frivillige organisasjonene? Det norske folk bidrar i innsamlingsaksjoner, det er stor giverglede. Men folk forventer at midlene går til formålet. Loven gir klare føringer om hvor stor andel som bør gå til administrasjon, det har – slik det står i saken – vært et viktig bidrag til åpenhet og bevissthet om dette. Vi er enige med frivilligheten, som mener at Frivillighetsregisteret kan erstatte ordningen med et eget lotteriregister. Men arbeidet med å utvikle Frivillighetsregisteret går i Det står ingenting i saken som vi har fått fra regjeringen, om når Frivillighetsregisteret er oppgradert, sånn at de kan ta over jobben. Det viser at tiden ikke er inne for å oppheve loven. Det andre er de forhold som justissektoren tar opp i sine høringsinnspill. Vi trenger et lovverk som hindrer at innsamlinger bidrar til terrorfinansiering. De sier at den selvreguleringen som foreslås å erstatte dagens lovverk, må ses på som utilstrekkelig for å møte de utfordringene som ligger i at innsamlingsaksjoner brukes til terrorfinansiering. Det mener Arbeiderpartiet det er grunn til å høre på. Det er mange som driver med innsamlinger, og flere av dem har kommet på listen som Innsamlingskontrollen utarbeider over innsamlinger en ikke bør støtte. Oppland Arbeiderblad har i en rekke artikler satt søkelyset på en bransje med arbeidsforhold og rutiner som er svært betenkelig. I sin høringsuttalelse viser Økokrim til en sak fra Vestfold politidistrikt, der man i løpet av et år – fra mai 2012 til mai 2013 – fikk domfelt fem personer som hadde samlet inn 25 mill. kr til barn i Øst-Europa, og bare 0,5 pst. gikk til formålet. Økokrim sier at det grunn til å tro at det er sånne situasjoner i flere distrikter. Det er grunnleggende og tunge innvendinger som kommer fra PST, Økokrim og Justisdepartementet. Norske innsamlinger brukes til terrorfinansiering, og tunge fagmiljøer advarer sterkt mot å gjøre endringene som foreslås. Med de debatter vi har hatt om terror og behov for gjennomføringskraft, er det oppsiktsvekkende at dette ikke adresseres mer aktivt av regjeringen. Om regjeringen faktisk tar det på alvor, ville det vært synliggjort noen alternative handlinger, ikke bare være en henvisning til at Justisdepartementet vil se på dette. Det er ganske unnfallende. Arbeiderpartiet ser at det er behov for å gjøre endringer i dagens lov, men løsningen er ikke å avvikle lovverket uten å ha tanker for hvordan vi skal møte de utfordringene som er synliggjort i saken. Arbeiderpartiet fremmer derfor forslag om at regjeringen må legge fram et forslag om hvordan en kan hindre at norske innsamlingsaksjoner brukes til terrorfinansiering, før Stortinget tar stilling til om loven oppheves. Jeg tar med dette opp forslaget som et mindretall i komiteen, Arbeiderpartiet, har fremmet. Da har representanten Rigmor Aasrud tatt opp det forslaget hun refererte til. Det er

Jeg er glad for at en samlet komité er tilfreds med at det i høringsrunden har blitt lyttet til frivillig sektors skepsis til registreringsplikt, at det er enighet om at dette vil virke byråkratiserende og at det trolig heller ikke vil fange opp useriøse aktører. Pengeinnsamlinger er svært viktig for å finansiere virksomheten til frivillige organisasjoner på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan innenfor en rekke ulike områder. Å legge til rette for frivillige organisasjoners pengeinnsamlinger er derfor et viktig bidrag for å øke inntektsmulighetene til organisasjonene. Dette bidrar til å styrke den selvstendige og uavhengige rollen til de frivillige organisasjonene og gir større legitimitet til det arbeidet organisasjonene gjør. Ved å oppheve lov om registrering av innsamlinger fjerner regjeringen et unødvendig regelverk og åpner opp for at ordninger for kontroll av innsamlinger kan videreføres gjennom privat organisering. Jeg noterer meg at en samlet komité oppfatter at arbeidet Stiftelsen Innsamlingskontrollen gjør, er verdifullt og det beste virkemiddelet for å beholde og øke tilliten til organisasjonenes innsamlingsarbeid. For å varsle givere om organisasjoner som det er grunn til å være oppmerksomme på,

Registrering av innsamlinger i Frivillighetsregisteret ble i høringsrunden foreslått som et tiltak for å bidra til økt åpenhet og tilgang på informasjon om frivillige organisasjoners innsamlinger. Ut fra de samme hensyn som tidligere er nevnt, ble det foreslått en frivillig registreringsordning. Registreringsplikt i Frivillighetsregisteret anses ikke å være aktuelt. Dette vil begrense organisasjonsfriheten og påføre organisasjonene mer byråkrati, uten at det kan dokumenteres at det vil ha noen betydelig effekt mot useriøse aktører. Det er imidlertid bred politisk enighet om at Frivillighetsregisteret skal tas i bruk av offentlige myndigheter. Departementet arbeider aktivt for å øke bruken av Frivillighetsregisteret som et verktøy for samordning og forenkling. Sentralt i denne forbindelse er gjenbruk av opplysninger som frivillige organisasjoner innrapporterer som vilkår for å motta offentlig støtte, deriblant vedtekter, årsregnskap og årsmeldinger. Dette er opplysninger som både offentlige myndigheter og private aktører vil kunne benytte til ulike formål, og som vil kunne bidra til økt åpenhet og tilgang på informasjon om frivillige organisasjoners innsamlinger. Departementet mener på denne bakgrunn det er hensiktsmessig å se forslaget om en frivillig registrering av innsamlinger i sammenheng med det pågående arbeidet for å øke bruken av Frivillighetsregisteret. For å møte truslene som er identifisert gjennom at pengeinnsamlinger kan misbrukes til finansiering av terror, vil regjeringen vurdere målrettede tiltak. Misbruk av frivillige organisasjoner til finansiering av terror skiller seg vesentlig fra andre typer innsamlingsrelatert kriminalitet, ettersom det er særlig viktig å avdekke dette på et tidlig tidspunkt for å avverge handlingene. Lov om registrering av innsamlinger bidrar ikke til å forhindre at innsamlinger kan misbrukes til terrorfinansiering. På denne bakgrunn tilrår departementet at forslaget til oppheving av lov om registrering av innsamlinger godkjennes. Det blir replikkordskifte. Jeg har et spørsmål til statsråden om terrorfinansiering og de klare rådene som både PST og Økokrim har kommet med: Er

terrorfinansiering. Det skal også ferdigstilles en ny nasjonal risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i løpet av 2016. Det er også etablert et eget kontaktforum for samordning av nasjonale tiltak for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, og som en del av dette arbeidet vurderes det også hvilke målrettede tiltak som kan settes inn for å motvirke misbruk av frivillige organisasjoners innsamling til

Jeg må dvele litt ved det statsråden nå sier og gjentar: Loven har ikke hatt noen virkning. Det betyr at kulturministeren overprøver de klare anbefalinger som både Økokrim og PST kommer med i sine høringssvar. Jeg har lest høringssvarene, og de er ganske presise. På hvilket grunnlag og hva er kunnskapen som gjør at statsråden sier det hun gjør i denne salen

har bestemt at denne loven ikke skal fungere lenger. Dette er etter en bred vurdering og politisk behandling i hele regjeringen, og det er Justis- og beredskapsdepartementet, med justisministeren, som er ansvarlig for nettopp å kunne vurdere målrettede tiltak, som har bedre effekt enn det som noen skulle tro at denne loven kunne

Jeg tror at for Høyre handler det vel så mye om å stole på frivilligheten som å stole på at alt kan reguleres. Jeg legger merke til at det snakkes om at i en lovtekst skal det være krav til hvor mange prosent som brukes til administrasjon, og man skal ha ulike formuleringer som skal sikre at pengene går til formålet. Jeg tror at de som arbeider frivillig, og som er avhengig av bl.a. innsamlede midler for å få virksomheten til å gå rundt, er opptatt av akkurat det. De er opptatt av å bruke minst mulig på administrasjon og mest mulig til formålet. De er opptatt av å ha tillit hos befolkningen for å kunne få penger neste gang de ringer, eller neste gang de sender et brev. Så det er de som sikrer at pengene går til formålet. Den manglende lysten, kanskje, til å stole på frivilligheten forundrer meg noe. Så sa representanten Aasrud også at dagens lovverk ikke er perfekt. Nei, det er nettopp det som er litt av kjernen ved fjerningen av denne loven. Det er ikke bare det at den ikke er perfekt. Denne loven er virkningsløs, og da virker det litt rart. Eksemplene på useriøs atferd som representanten tok frem, var grelle og grove nok, men alt har skjedd under dagens lovverk. Det viser poenget – at denne loven ikke har noen funksjon.

Det andre er å bekjempe terrorfinansiering, hvor vi ser vektige motargumenter fra både Justisdepartementet, PST og Økokrim, som peker på at dette vil svekke arbeidet med nettopp å avdekke og bekjempe terrorfinansiering gjennom innsamling. Så mener vi at Frivillighetsregisteret godt kunne ha tatt et sånt ansvar, og mener at det ville vært ubyråkratisk, enkelt å forholde seg til og en effektiv måte å drive en sånn kontroll på. på. Jeg blir veldig forundret når jeg hører statsrådens unnvikende svar på utfordringene fra Rigmor Aasrud i replikkordskiftet, for det gis ingen svar på verken de vurderingene som er tatt, eller hvordan man kan påstå at dette arbeidet vil styrke arbeidet med å bekjempe terrorfinansiering. Vi mener ikke det vi gjør i denne saken fordi vi er glad i lover og regler, som Kårstein prøver å framstille det som, men nettopp for å ivareta viktige hensyn som forbrukersikkerhet og det å ha et effektivt arbeid mot terrorfinansiering. Når vi vet at det vil ta ett år, kanskje, før de nye tiltakene er på plass – og la oss håpe at det går an å jobbe raskt med det – går det lang tid før man får på plass effektive tiltak, all den tid vi vet at statsråden sammen med sine regjeringskolleger utmerket godt kunne ha iverksatt en lang rekke tiltak fortløpende for å styrke den loven som vi allerede har, og for å styrke arbeidet mot terrorfinansiering. Derfor blir utfordringen til statsråden: På hvilken måte vil det å fjerne denne loven være med og styrke nettopp det arbeidet – for å sikre forbrukerne, for å sikre forbrukerne, for å sikre organisasjonene og for å sikre arbeidet mot terrorfinansiering? Det henger iallfall i løse lufta, fordi vi ser at det som foreslås her, og som sannsynligvis blir vedtatt, faktisk vil være med og svekke nettopp det arbeidet. Jeg vil gjerne utfordre statsråden til å svare på: På hvilken måte mener hun at dette faktisk vil styrke arbeidet mot terrorfinansiering gjennom

og meiner ei pliktig registreringsordning må vurderast. Det blir mellom anna vist til den alvorlege og aukande trusselen knytt til innsamling av pengar til finansiering av terroristar og/eller terrorisme.» Så sier statsråden i sitt innlegg at dette er en sak som hele regjeringen står bak. Da må jeg gjenta mitt spørsmål: Hvilke konkrete tiltak er det statsråden – eller regjeringen, da – tenker å sette i verk utover det å tenke seg om og finne på et eller annet i 2016? Det andre spørsmålet går på Frivillighetsregisteret, som er et viktig register også i denne sammenhengen. Det ble satt i gang et arbeid i 2012, der det skulle være en oppgradering av Frivillighetsregisteret, og de vurderingene som er gjort i saken knyttet til Frivillighetsregisteret, støtter vi langt på vei. Men hvor langt er man kommet? Når kan vi forvente å se et frivillighetsregister som kan møte de påpekningene og de forventningene som frivillige organisasjoner har? Og når kan det eventuelt tas i bruk i denne saken? Det burde være spørsmål som man kunne svare på når man legger fram et lovforslag som går på at man skal legge seg helt på ryggen og si at vi fant ikke på noen annen måte å gjøre dette på. Da må man jo ha tenkt igjennom noen alternativer iallfall, når innspillene er såpass tydelige som det de er i denne saken.

Når det gjelder Frivillighetsregisteret, mener jeg det fungerer svært godt. Vi jobber med å få det til å fungere optimalt. Blant annet har f.eks. Frivillighet Norge og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité mottatt tilskudd til arbeidet med integrasjon av frivillige organisasjoners medlemsregister inn i Frivillighetsregisteret. Denne integrasjonsløsningen vil da bl.a. tilby organisasjoner en enklere måte for lokallagene å registrere og oppdatere opplysninger i Frivillighetsregisteret. Frivillighetsregisteret. Denne integrasjonsløsningen vil da bl.a. tilby organisasjoner en enklere måte for lokallagene å registrere og oppdatere opplysninger i Frivillighetsregisteret. Jeg tror Frivillighetsregisteret kommer til å bli et nøkkelregister i tiden framover. Det arbeidet som nå pågår, vil øke kvaliteten på opplysningene i Frivillighetsregisteret. Det vil også være positivt med tanke på økt bruk av Frivillighetsregisteret framover.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

Lyd og bilde har hatt en tilsvarende utvikling. Internett er også blitt en vesentlig formidlingskanal, og i tillegg til å ha overtatt mye kommunikasjon fra andre plattformer og kanaler, er Internett på mange måter blitt et daglig oppdatert speil for dagens Norge. Gjennom såkalt høsting av materiale fra Internett vil en dermed sikre viktig materiale for forskning og dokumentasjon for ettertiden. Dette gjør det nødvendig å tilpasse lovverket til denne realiteten. Komiteen støtter at definisjoner harmoniseres mellom lovverk i tråd med utviklingen, og at en på denne måten også kan ivareta juridiske plikter og rettigheter. Apropos rettigheter – ivaretakelsen av personvernet er nok en utfordring som forsterkes gjennom økt innsamlingsområde. Alt det som samles inn, har vært publisert, men det er likevel viktig at det er gode rutiner for å følge opp den enkeltes rett til vern, ikke minst fordi det ikke nødvendigvis er den aktuelle personen selv som har godkjent publisering, ei heller at det er avgjørende for det som skal dokumenteres. Det er veldig bra at dette er ivaretatt i saken gjennom en egen nemnd som skal behandle søknader om klausulering og sletting. Komiteen påpeker også at det nå er viktig at de nødvendige endringer i forskrifter som er påpekt i saken, følges opp. Gjennom dette lovforslaget får vi på plass en plattform- og medienøytral lov som sikrer grunnlaget for framtidig forskning og dokumentasjon. Uansett utgivelsesform skal det leveres digitalt grunnlagsmateriale, og Nasjonalbiblioteket skal sørge for nødvendig sikkerhet og gode rutiner rundt det avleverte materialet. Komiteen har tillit til at dette blir fulgt opp på en god måte og støtter derfor lovforslaget. Det er

Pliktavleveringsloven sikrer at allment tilgjengelige dokumenter, som f.eks. bøker, aviser og kringkastet materiale, blir bevart for ettertiden, slik at de kan brukes som kildemateriale for forskning og dokumentasjon. Loven gjelder dokumenter i alle format, både skrift, lyd og bilde. Det avleverte materialet bevares i Nasjonalbibliotekets samlinger. Dette er vår kulturarv og vår felles hukommelse. Tidligere ble bøker, aviser og samfunnsdebatter bare publisert på papir. Disse dokumentene forteller oss hvordan litteraturen, samfunnet og ordskiftet har utviklet seg. I dag blir stadig mer publisert på Internett. Vi må sikre at også dette materialet blir tatt vare på for både nåtidens og framtidens forskere. Endringsforslaget klargjør at digitale dokumenter på Internett er omfattet av avleveringsplikten. Nasjonalbiblioteket gis en rett til å samle inn nettdokumenter automatisk. I dag samler Nasjonalbiblioteket inn et selektivt utvalg av norsk materiale som er tilgjengelig for alle på Internett. Dette gjøres etter henvendelse til den enkelte eier av nettsidene, noe som er både upraktisk og uøkonomisk. Forslaget innebærer at Nasjonalbiblioteket får hjemmel til å samle inn automatisk fra Internett. Dette vil sikre at alt materiale som skal pliktavleveres, faktisk blir en del av Nasjonalbibliotekets samlinger. Det er en praktisk, effektiv og økonomisk måte å oppfylle lovens formål på. Når det skjer hendelser med stor innvirkning på nasjonen, er det viktig å ta vare på kildene som beskriver og debatterer hendelsene. Etter terrorhandlingene 22. juli 2011 ble det publisert mye på Internett som ikke ble samlet inn. Dette er uheldig for dagens og framtidens forskning. De foreslåtte endringene vil være med på å sikre at vi ikke får store hull i den nasjonale hukommelsen, og at den digitale kulturarven ikke går tapt. Videre foreslår vi at Nasjonalbiblioteket får rett til å kreve avlevering av det digitale grunnlagsmaterialet i tillegg til utgivelsesformatet. Det betyr at et forlag som gir ut en bok på papir, må levere en digital fil med bokens innhold i tillegg til papirboken. På den måten behøver ikke Nasjonalbiblioteket å digitalisere i etterkant det som allerede finnes i digital form.

Det er viktig for regjeringen å finne gode løsninger for å ta vare på og tilgjengeliggjøre kulturarven, samtidig med at personvernet sikres på en god måte. Derfor foreslår vi i visse tilfeller å åpne for klausulering eller sletting av innsamlet, personvernsensitivt materiale. Regjeringen foreslår også å opprette en klagenemnd for behandling av avslag på søknad om klausulering og sletting av personopplysninger. Arbeidet med å revidere forskriftene til pliktavleveringsloven er allerede i gang. Det vil bli lagt vekt på regulering av bruken av det avleverte materialet. Bruken av innsamlet nettmateriale vil reguleres i forskrift til åndsverksloven. Utformingen av forskriften vil skje i dialog med opphavsrettsorganisasjonene, og forskriften vil bli sendt ut på høring på vanlig måte.

har jo

presset

Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt to forslag. Det er forslag nr. 1, fra Magne Rommetveit på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslag nr. 2, fra Janne Sjelmo Nordås på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet Det voteres over forslag nr. 1. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen opprettholde den norske reservasjonen mot at EUs tredje postdirektiv inntas i EØS-avtalen. Stortinget går imot implementering av EUs tredje postdirektiv i norsk rett.» Miljøpartiet

de vil stemme imot. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme imot.

lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

mot Ramsar-sekretariatets anbefalinger for området.» Voteringstavlene viste at det ble avgitt 95 stemmer mot forslaget og 2 stemmer for. Min stemme ble ikke registrert. Her er det noen som kanskje har stemt feil, og så er det noen som ikke har fått registrert sin stemme. Det vil Stortinget avgjøre ved en ny votering. Vi tar da voteringen en gang til. Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslag

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt to forslag. Det er forslag nr. 1, fra Magne Rommetveit på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslag nr. 2, fra Janne Sjelmo Nordås på vegne av Arbeiderpartiet

de vil stemme imot. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme imot.

ser